Kun gjennom å satse på fellesskapet kan vi få til et samfunn med små forskjeller og bekjempe fattigdom og utenforskap. Høyreregjeringens resept er annerledes. Statsråd Høie har valgt en kurs der mitt sykehus, Sørlandet sykehus, nå må spare 178 mill. kr. Det gir neppe raskere og bedre pasientbehandling til flere. Høyreregjeringen har valgt innstramminger i

Nå kommer i stedet historiene fra folk som forteller at det finnes medisin, men de har ikke råd til å betale den, for de klarer ikke å jobbe uten den. Moralen i regjeringens politikk synes å være at gjør man det bare vanskelig nok å være syk, blir folk friske. Det ser også ut til å gå i det samme sporet når det gjelder varslede kutt i arbeidsavklaringspenger og pensjon til uføre. Sjelden har vel uttrykket «det er bedre å være frisk og rik enn syk og fattig»

Noe av det mest frustrerende er at det er veldig vanskelig å få tak i den politiske ambisjonen som ligger bak sentraliseringen. Distriktene rammes av kutt og nedleggelser, ofte gjennomført som rene symbolvedtak som angivelig skal gjøre landet mer effektivt. Men blir vi egentlig mer effektive av lengre reiseveier og dårligere tilbud lokalt? Regjeringen tegnet nytt norgeskart uten først å tenke på hva slags oppgaver fylkene skulle ha. Ingenting ble sett i sammenheng med det allerede eksisterende lappeteppet av statlige regioner som vi har i landet, og tilbudet til folk i regionene har kommet i andre rekke. Når vi nå omsider begynner å se at det kommer nye oppgaver til fylkene, følger det ikke med gjennomføringsmidler. Det samme gjelder for kommunene. Det kommer nye oppgaver og nye krav, men ikke nok midler. Distriktskommunene rammes hardest. Vi så det samme denne uken. Domstolkommisjonen foreslår massiv nedleggelse av tingretter etter at regjeringen nok en gang har bestilt ny struktur uten å tenke på innhold. Regjeringen ser ut til å tro at større alltid er bedre, og at små enheter ikke evner å prestere på lik linje som de store. Dette er direkte feil, og distriktene rammes hvis man ikke klarer å legge fra seg denne tankegangen. den hadde vært litt mindre. Namdal tingrett, som nå er foreslått nedlagt, har god saksbehandlingstid, høy saksavvikling, god effektivitetsgrad og i tillegg få ankesaker – alle tegn på at den lille tingretten driver godt, uavhengig av størrelsen. Digitalisering kan også bidra til å styrke fagmiljøet mer, selv om folk sitter fysisk på ulike Disse og andre løsninger kunne og burde vi diskutert i sammenheng med strukturen, men det har ikke regjeringen ønsket. Det er viktig at vi hele tiden vurderer hvordan summen av ulike vedtak slår ut. Nå taper distriktene i reform etter reform, og hvis utviklingen får fortsette, vil vi snart slite med å ta hele landet i bruk. Det er vi ikke tjent med. Hvis by og land går hand i hand, skaper vi vinnere over hele landet. Vi står sterkere i lag når hele landet står samlet og alle drar i samme retning. Klokken er da blitt 22, og Stortinget tar en pause i forhandlingene. I morgen starter møtet klokken 9, og første taler er statsminister Erna Solberg. – Møtet er hevet.